en

Vi har

Ærede President, Folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. Regjeringens mål er å gi mennesker i Norge frihet og trygghet, frihet til å leve meningsfulle liv og trygghet for jobb, egen økonomi og solide velferdstjenester. Regjeringen bygger sin politikk på at et sterkt fellesskap gir individuell frihet til flest. Regjeringen vil arbeide for et samfunn preget av åpenhet, toleranse og mangfold, og for at mennesker i hele Norge skal få utvikle egne evner, skape virksomheter og utvikle landets rike muligheter. Vi lever i et Europa som er preget av økonomisk ustabilitet, sosial uro og høy arbeidsledighet. Mens våre naboland sliter, opplever vi i Norge lav ledighet, nyskaping i næringslivet og høy yrkesdeltakelse. I Norge er det små forskjeller mellom folk. Vi har tillit til hverandre og til fellesskapet. Regjeringen vil arbeide for at det forblir slik. Regjeringen vil sikre arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Samtidig vil regjeringen investere i framtiden, i lærernes kompetanse, i forskning og i fellesskolen over hele landet. Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. Rikdommen fra olje og gass skal fortsatt komme alle i Norge til gode. Regjeringen vil videreføre den norske velferdsmodellen som kombinerer jevn inntektsfordeling, solid økonomisk vekst, høy yrkesaktivitet og makroøkonomisk stabilitet. Den enkeltes arbeidsinnsats er med og betaler for vår felles velferd. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet. Arbeid til alle er den viktigste forutsetningen for å unngå fattigdom. Regjeringen følger utviklingen i arbeidsmarkedet nøye, og vil videreføre arbeidet mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. Regjeringen vil iverksette et forsøk med tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt arbeidsevne. Regjeringen vil fremme lovforslag med tiltak mot misbruk av velferdsordningene. Regjeringen holder fast ved den langsiktige investeringsstrategien for Statens pensjonsfond, også i perioder med uro i finansmarkedene. Bred oppslutning om forvaltningen av fondet gir stabilitet og dermed gode forutsetninger for at petroleumsinntektene kan komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. I meldingen om Statens pensjonsfond vil regjeringen gjøre rede for forvaltningen av fondet. Regjeringen vil følge opp 22. juli-kommisjonens arbeid og vil legge fram en melding til Stortinget om dette. Det skal øves mer, og det skal øves bedre. Regjeringen har startet arbeidet med å etablere et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo. Forsvarets evne til å bistå politiet i beredskapssituasjoner skal styrkes. Fra januar neste år skal den militære helikopterberedskapen på Rygge kunne yte Arbeidet med å sikre objekter som kan være spesielt utsatt for angrep, skal styrkes. Regjeringen vil sikre gode helsetjenester for folk og vil følge opp Samhandlingsreformen. Regjeringen legger stor vekt på kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene og vil fremme elektronisk samhandling. Regjeringen vil legge fram meldinger til Stortinget om dette. De som trenger omsorgstjenester, skal ha mulighet til å mestre egen hverdag og oppleve livskvalitet og trygghet. Regjeringen vil legge fram en melding om innovasjon og ny teknologi i omsorgstjenestene. Regjeringen vil få utarbeidet en ny kreftstrategi. Regjeringen vil fortsatt satse på utdanning og forskning. Det er nødvendig for å trygge velferdssamfunnet og møte de store utfordringene vi står overfor både nasjonalt og globalt. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om forskning. Meldingen vil framheve samspillet mellom utdanning, forskning og nyskaping i samfunns- og næringsliv. Regjeringen har store ambisjoner for norsk skole. Elever er forskjellige og lærer på ulike måter. Derfor må skolen gi muligheter for alle til å lære mer. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om videre utvikling av kvaliteten i grunnopplæringen. Regjeringen vil fremme kvalitet i barnehagene og vil legge fram en ny melding om framtidens barnehage. Regjeringen vil styrke kompetansen og kapasiteten i det kommunale barnevernet ytterligere. Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til endringer i barnevernloven. Regjeringen vil legge til rette for at kommunesektoren kan videreutvikle kommunale tjenester og styrke velferden til sine innbyggere. Regjeringen vil i samarbeid med kommunene styrke boligbyggingen og vil legge fram en melding om boligpolitikken. Regjeringen vil legge fram en melding om distrikts- og regionalpolitikken. Meldingen skal omhandle politikk for verdiskaping og utvikling i hele landet. Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk over hele landet og satse på områder der vi har særlige forutsetninger for å skape verdier. Regjeringen vil legge fram en ny strategi for mineralnæringen og en handlingsplan for kultur og næring. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket og vil utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen. Regjeringen vil fortsatt arbeide for å gjennomføre forenklinger som sparer næringslivet for administrative utgifter. Regjeringen vil legge fram en melding om Digital agenda for Norge. Den vil drøfte hvordan IKT kan utnyttes til fortsatt vekst og velferd. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om hvordan verdiskapingen i norsk sjømatnæring kan økes langs kysten gjennom kunnskapsbasert forvaltning og miljømessig bærekraftig produksjon. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget med en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen med Skagerrak. Regjeringen vil da ha lagt fram forvaltningsplaner for alle de norske havområdene. Regjeringen vil føre en politikk for bærekraftig utvikling. Norge skal være en pådriver for en ambisiøs klimaavtale med bindende forpliktelser for alle land. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om de forventede konsekvensene av klimaendringene for Norge og en politikk for å tilpasse oss de utfordringene og mulighetene et endret klima gir. Regjeringen vil arbeide videre med å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- Regjeringen vil i petroleumspolitikken legge opp til en parallell satsing på tre områder – øke utvinningen fra eksisterende felt og utbygging av drivverdige funn, fortsette en aktiv utforskning av åpnet areal og gjennomføre åpningsprosessene for Jan Mayen og Barentshavet sørøst. Regjeringen vil fortsatt legge til rette for utbygging av fornybar energi. El-sertifikatordningen, nettpolitikken og en aktiv konsesjonspolitikk vil bidra til økt utbygging av vann- og vindkraft og til bedre forsyningssikkerhet for strøm. Et velfungerende transportsystem er viktig for økt verdiskaping og livskvalitet, og for å ta hele landet i bruk. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om Nasjonal transportplan for perioden 2014–2023. Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag om å endre lovgivningen om forberedelser til terrorhandlinger og om organisert kriminalitet. Regjeringen vil oppnevne et utvalg som skal vurdere straffelovens regler om utilregnelighet og hvordan sakkyndige skal brukes i straffesaker der det er tvil om gjerningsmannens tilregnelighet. På utlendingsområdet vektlegger regjeringen en effektiv og rettssikker returpraksis. Det er et mål for regjeringen at personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet, skal returneres raskt, helst frivillig, men om nødvendig med tvang. Målet for integreringspolitikken er like muligheter, rettigheter og plikter for innvandrere og barna deres til å delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv. Regjeringen vil legge fram en melding om integrering. Regjeringen vil fortsette arbeidet for likestilling mellom kjønnene og vil legge fram en melding om likestilling. Regjeringen gjennomfører Kulturløftet. Kulturløftet bidrar til at flere får delta i kulturaktiviteter, i frivillige lag og foreninger. Regjeringen vil sluttføre arbeidet med kirkeforliket i samsvar med Stortingets forutsetninger. Regjeringen gjennomgår forsvarssektorens kompetanseutfordringer og vil legge fram en melding om dette. Regjeringen vil følge opp arbeidet med å fase inn nye Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder en sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU. Nordområdene vil fortsatt være regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med Russland markere 20-årsjubileet for Barentssamarbeidet i Kirkenes i juni 2013. EU er Norges største økonomiske samarbeidspartner. Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk og arbeide målrettet for å ivareta norske interesser overfor EU. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om samarbeidet Regjeringen vil legge fram melding til Stortinget om demokrati, rettferdig fordeling og økonomisk vekst i utviklingsland. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 157. storting for åpnet.

i tida etter siste melding, lesen av statsråd Hadia Tajik. I samsvar med Grunnlova gir Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Den 13. august tok regjeringa imot rapporten frå 22. juli-kommisjonen. Rapporten har vore sendt på høyring. Statsministeren og Dei la òg fram korleis regjeringa vil følgje han opp og gjorde greie for tiltak som er sette i verk og kommande tiltak. Regjeringa har sendt på høyring forslag om nye straffeføresegner om førebuing til terrorhandlingar og endringar i reglane om organisert kriminalitet. Det er vedteke at det skal stillast tomt på Alna Regjeringa har vedteke at det skal opprettast ein nasjonal minnestad for 22. juli i regjeringskvartalet. Minnestaden skal heidre alle offer, etterlatne og frivillige. Det skal òg opprettast ein minnestad på landsida ved Utøya. I mars 2012 runda Noreg fem millionar Folkeveksten i Noreg i 2011 målt i talet på menneske har aldri vore større, og det er nesten 100 år sidan Noreg hadde større folkevekst i prosent. Norsk økonomi har klart seg godt etter tilbakeslaget under finanskrisa. Verdiskapinga har no auka ti kvartal på rad. Sysselsetjinga er høgare enn toppnivået i 2008, og arbeidsløysa held seg låg. Lågare aktivitet hos handelspartnarane har bidrege til svak utvikling i den tradisjonelle vareeksporten det siste året. Sterk vekst i etterspørselen frå petroleumsverksemda har vore med på å halde veksten i norsk økonomi oppe. Den gode utviklinga i norsk økonomi speglar seg i arbeidsmarknaden. Veksten i talet på sysselsette personar har vore høg og aukande gjennom 2011 og inn i 2012. I 2012 vert det anslått at talet på sysselsette vil auke med nær det dobbelte av gjennomsnittet for dei siste 20 åra. Den høge veksten i sysselsetjinga skuldast først og fremst at høg innvandring bidreg til høg vekst i tilbodet av arbeidskraft. Nivået for arbeidsledige held seg likevel på eit lågt nivå. I andre kvartal i år utgjorde dei arbeidsledige 3 pst. av arbeidsstyrken. Veksten i verdsøkonomien er framleis svak. Det er særleg industrilanda som dreg ned. Veksten er framleis relativt høg i Kina og andre framveksande økonomiar, men òg her går tempoet ned. Løpande statistikk og stemningsindikatorar peikar i retning av vidare svak utvikling i industrilanda framover. Frykta for at enkelte land i euroområdet ikkje skal klare å betene statsgjelda si, har i lengre tid vore ei kjelde til uro i finansmarknadene. Sidan statsgjeldproblema i euroområdet blei synlege for snart tre år sidan, har styresmaktene i EU og dei kriseramma landa gjennomført viktige tiltak. Dei fundamentale problema er likevel ikkje løyste. Medan det har vore ei viss betring på arbeidsmarknaden i USA det siste halve året, er arbeidsløysa stigande i fleire europeiske land. I mange land er arbeidsløysa blant ungdom særleg høg. Den økonomiske veksten i industrilanda er for svak til å auke sysselsetjinga i vesentleg grad, og ein reknar med at arbeidsløysa vil halde seg høg framover. Regjeringa har i 2012 lagt opp ein jobbstrategi for personar med nedsett funksjonsevne. Strategien har spesielt fokus på personar med nedsett funksjonsevne under 30 år som treng hjelp for å komme i arbeid. I perioden 2005 til 2012 har inntektene i kommunesektoren reelt auka med om lag 60 i 2012-kroner. I 2011 auka inntektene i kommunesektoren med 8,4 mrd. kroner. Sysselsetjinga i kommuneforvaltninga auka i 2011 med 10 300 personar, tilsvarande 2,5 pst. Det er høgare enn i 2010 og om lag same veksten som i 2008 og 2009. I første halvår 2012 var det i gjennomsnitt sysselsett personar i kommunesektoren. Nordområda er det viktigaste utanrikspolitiske satsingsområdet for regjeringa. I november 2011 la regjeringa fram den første meldinga til Stortinget om nordområda. I meldinga skisserer regjeringa norske hovudmål og prioriteringar i nordområdepolitikken dei Regjeringa legg stor vekt på å fremje ei berekraftig utvikling. Hovudutfordringane for ei slik utvikling er internasjonal fattigdom, urettferdig fordeling, store miljøøydeleggingar, menneskeskapte klimaendringar, konfliktar og diskriminering. Noreg står i fremste rekkje i kampen mot global fattigdom. I 2009 blei målet om at norsk bistand skal utgjere 1 pst. av bruttonasjonalinntekta nådd. Bistanden har halde seg på dette nivået sidan og er av dei høgaste i verda. Samtidig spelar Noreg ei aktiv rolle i den internasjonale kampen mot ulovleg kapitalflyt for å hindre at fattige land blir tappa for pengar dei sårt treng når milliardverdiar forsvinn utan å bli skattlagde. Regjeringa har halde fram med moderniseringa av Forsvaret og følgt opp gjeldande langtidsplan med dei auka løyvingar som var varsla. Stortinget gav i juni 2012 tilslutning til ein ny langtidsplan for Forsvaret. Planen inneber ein forsvarsstruktur i balanse, som sikrar Noregs interesser og verdiar. Regjeringa vidarefører satsinga i nordområda med overvaking og utøving av suverenitet og myndigheit. Regjeringa har lagt fram ei ny klimamelding for Stortinget. I meldinga held ein fast ved det høge ambisjonsnivået frå klimaforliket. I 2012 heldt regjeringa fram med å trappe opp løyvingane til veg og jernbane i samsvar med målsetjinga i Nasjonal transportplan i samsvar med kyrkjeforliket vedteke endringar i Grunnlova og kyrkjelova, bl.a. slik at valde organ i Den norske kyrkja har fått myndigheit til å tilsetje biskopar og prostar. Regjeringa har lagt fram digitaliseringsprogrammet På nett med innbyggerne, som byggjer på at digital kommunikasjon skal vere hovudregelen for kontakten mellom Noreg er verdas nest største eksportør av sjømat. Eksportverdien var i 2011 på 53 mrd. kroner, og av dette stod havbruksnæringa for nesten 60 pst. Norsk sjømatnæring skaper om lag 46 000 årsverk, når ein reknar med ringverknadene. Det er framleis høg Verdien av olje- og gasseksporten var i 2011 på om lag 562 mrd. kroner og 30 pst. av statsinntektene kom frå denne sektoren. Norsk oljeproduksjon er gradvis blitt redusert sidan 2001, medan sal og eksport av gass er aukande. Om lag 44 pst. av Noregs ressursbase er produsert til no. Regjeringa fremja våren 2012 eksportkredittlova, som gav grunnlag for å opprette det statlege selskapet Eksportkreditt Norge AS. Det vil sikre eit robust og konkurransedyktig finansieringstilbod for norsk næringsliv. Regjeringa held fram arbeidet sitt med å gjere opplæringa på ungdomstrinnet meir praktisk, variert og relevant. Som ei oppfølging av meldinga om ungdomstrinnet, Motivasjon – mestring – muligheter, innførte alle ungdomsskolar valfag for 8. trinn i år. Målsetjinga om å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring er ei hovudprioritering for regjeringa. skal ein nå gjennom tett oppfølging og ytterlegare arbeid for å gi opplæring med relevant innhald og god kvalitet på alle trinn. Prosjektet Ny GIV rettar seg spesielt mot elevar som har eit svakt grunnlag frå ungdomsskolen, eller som har slutta i vidaregåande. Samla vil 3 500 lærarar få skolering i metodebruk tilpassa elevar med Totalt vil 13 000 elevar bli direkte omfatta av denne opplæringa på dei tre åra prosjektet varer. Regjeringa har i 2012 sørgt for ein betydeleg kapasitetsauke i høgare utdanning gjennom nye studieplassar og nye bygg. Auken vil, saman med tidlegare aukingar, gi ca. 23 400 nye studieplassar innan 2017. Regjeringa har frå 1. januar 2012 utvida rett og plikt til norskopplæring frå 300 til 600 timar, for slik å leggje til rette for at innvandrarar skal lære seg enda betre norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Regjeringa la i desember 2011 fram Meld. St. 9 for 2011–2012 Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords. Meldinga blei behandla i Stortinget i april 2012. Regjeringa har sett i gang samhandlingsreforma, som skal gi pasientar og brukarar betre tenester der dei bur. Den nye folkehelselova har tredd i kraft.

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, gode kollegaer! Forrige gang Stortinget var samlet for å lytte til trontalen, sto vi foran et år som vi visste ville bli spesielt. Terrortragedien 22. juli i fjor har preget oss i denne salen, slik den også har preget resten av det norske samfunnet. Vår nasjon har gjennomlevd mye siden katastrofen rammet oss i fjor sommer. Men som nasjon har vi også vokst oss sterkere. Vi har høstet anerkjennelse for måten vi møtte en ekstraordinær situasjon på – med verdighet. Vi har sett at vår rettsstat fungerer. Gjerningsmannen har fått sin dom. Tidligere i år la 22. juli-kommisjonen fram sin rapport. Rapporten pekte på hva som fungerte, men også på mange alvorlige mangler i vår beredskap. Stortinget ble samlet ekstraordinært for å høre regjeringen redegjøre om rapporten. Nå tar Stortinget fatt på den viktige jobben det er å trekke lærdom av det som ikke fungerte. Trontalen bærer bud om at Stortinget også i året som kommer har mange og viktige oppgaver foran seg. det 157. storting trer sammen, er Europa preget av høy arbeidsledighet, stor gjeldsbyrde og økende sosial uro. Norge på sin side har flere i arbeid enn noen gang tidligere. Det har vi god grunn til å glede oss over. Ifølge våre siste tall er over to og en halv million mennesker i jobb her i landet. De bidrar som snekkere, helsearbeidere og lærere, de bidrar i handel, fiskeri, transport eller industri – og med mange andre viktige oppgaver. Det er de som holder samfunnet i gang. Det at så mange deltar i arbeidslivet er det beste grunnlaget for fortsatt vekst og velferd her i landet. Vår viktigste oppgave som folkevalgte er å legge grunnlaget for at alle fortsatt skal være trygge på at de har en jobb å gå til. Neste gang Stortinget åpnes er det en ny forsamling av stortingsrepresentanter som møter. Noen vil ha fått fornyet tillit, noen vil ha fått ny tillit. Før neste trontale har folket vært samlet til valgting, og nettopp begrepet «valgting» understreker det faktum at folket i valg er det høyeste politiske organ i Norge. Folket i valg står over oss alle. Spesielt tydelig er det i forhold til endring av Grunnloven. Gjennom Grunnlovens egen formulering om at forslag lagt fram i denne perioden ikke skal behandles før i neste periode, sikrer Grunnloven selv at den ikke kan endres mot Ved utgangen av det 156. storting er det lagt fram hele 42 forslag til endring i Grunnloven. Det er forslag om menneskerettigheter, språklig fornyelse og en rekke andre endringer. Presidentskapet vil allerede i dette storting legge opp til en egen debatt om forslagene i plenum, og vi vil arrangere seminarer om utvalgte grunnlovsforslag i den gamle lagtingssalen. Slik håper vi å øke bevisstheten om grunnlovsforslag som skal behandles i neste periode, og samtidig stimulere til viktige debatter fram mot hundreårsjubileet for kvinnelig stemmerett i 2013 og tohundreårsjubileet for Grunnloven i Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet! For oss som stortingsrepresentanter står fremdeles en fjerdedel av mandatperioden igjen. Det er ennå tid til å oppnå resultater for de velgerne vi representerer. I forvissning om at representantene vil gjøre sitt ytterste for å løse de mange store oppgavene som ligger foran oss, samler vi oss i det gamle, gode ønsket: Gud bevare Kongen og fedrelandet!